et representantforslag. På vegne av representantene Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og meg selv har jeg gleden av å fremme et representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte. Representanten Martin Henriksen vil fremsette et representantforslag. På vegne av representantene Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing. Representanten Lene Vågslid vil fremsette et representantforslag.

vil på vegner av representantane Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud, Hadia Tajik og meg sjølv setje fram eit representantforslag om endring i ekteskapsloven Representanten Une Bastholm vil fremsette et representantforslag. På vegne av meg selv vil jeg framsette et representantforslag